både voksne og ansatte i ulike institusjoner. Så jeg vil takke forslagsstillerne. Det er mange gode forslag – vi støtter dem. Det forslaget som ligger på bordet fra oss i dag, fremmer vi ikke, for det vil bli behandlet på onsdag. Jeg oppfatter at Kristelig Folkepartis forslag er et lite spark til regjeringen, for det kommer ikke nok tiltak. Det blir ikke prioritert høyt nok når pengene skal fordeles. Det ser vi bl.a. når det gjelder å få fart på bruken av barnehusene og dommeravhør, en sak som SV tok initiativet til i sin tid, og som er helt nødvendig for å hjelpe de barna som har vært utsatt for vold. Så det er på tide å slutte med fokus og handlingsplaner, legge penger på bordet og styrke bl.a. skolehelsetjenesten med øremerkede midler. Sykepleierforbundet undersøkte hvordan det gikk med penger prioritert til skolehelsetjenesten i frie midler til kommunesektoren. Det ble ikke en styrket skolehelsetjeneste. Sånn har det også vært Det må øremerkes penger til nok folk, kompetanse, flere dommeravhør og alle de gode hjelperne og de modige voksne som skal kunne tørre å hjelpe disse barna. Da må man prioritere det i noe annet enn ord. Debatten om barnevernet er ikke så veldig sterkt til stede i dag, og det er litt rart. Barnevernet er under både sterk kritikk og omorganisering, og det aller viktigste da er at vi hører på de barna og hva de ønsker seg. Og det de har fortalt oss, er at det de ønsker seg aller mest, er kjærlighet, at noen er glade i dem, at noen har tid til dem, og at noen passer på dem og viser at de er verdt å være glad i. Det stormer veldig rundt barnevernet om dagen. Alle representantene her – som meg– har sikkert fått mange e-poster i dag fra veldig seriøse advokater som er inne i disse sakene, og som er bekymret for rettssikkerheten. Det er jeg også, men jeg er aller mest bekymret for at vi i debatten rundt det kaster både ungene og de viktige ansatte ut med badevannet. Det er behov for å gå igjennom og styrke barnevernet, men det er også behov for å slå litt ring rundt dem som jobber i barnevernet, og som gjør noen av de aller vanskeligste jobbene som finnes i samfunnet. Og jeg har behov for å si det her nå, at vi som politikere må slå ring om dem som gjør disse veldig vanskelige jobbene. Det synes jeg Stortinget skal si i dag. trenger også å styrke den jobben de skal gjøre, med nok ansatte og med kompetanse. Det er også behov for å si at Nav har en viktig jobb her, som jeg oppfatter at Nav ikke alltid gjør. En del familier, som sliter med vanskelig økonomi og store sosiale problemer, får ikke nødvendig hjelp hos Nav. Og jeg vet at den typen problemer kan føre til at en på en måte bryter sammen, at en går over grenser, og at en ikke klarer å ta vare på ungene sine – ikke fordi en i utgangspunktet har noe slags tilbøyeligheter til å bruke vold, men rett og slett fordi livet er en katastrofe, og en står uten hjelp. Jeg vet også at veldig mange ville klare å ta imot hjelp fra Nav – hjelp som det er vanskelig å ta imot fra barnevernet, fordi det er så stigmatiserende. Så det er et stort behov for skjerping hos Nav, slik at de gjør den viktige jobben de er satt til å gjøre. Til slutt om barnehage: Jeg er veldig enig med dem som har sagt at barnehagen er utrolig viktig for både å oppdage og å avdekke og for å følge opp unger som har vært utsatt for vold. Det er vanskelig, jeg har jobbet der sjøl. Det er kanskje det eneste stedet ungen er trygg, og i det øyeblikket en åpner munnen, er ungen borte. Det er nok en av grunnene til at en del av de ansatte i barnehagen kvier seg for å si ifra, for da mister barna den ene tryggheten de

Det at alle i salen er opptatt av at vi skal sikre barn og unge fra vold og overgrep på en så god måte som overhodet mulig, er et engasjement, og dette forslaget er virkelig uttrykk for en del av det engasjementet. Derfor synes jeg også det er unødvendig å gi inntrykk av at dette skulle være noe spark til noen. Jeg tolker i hvert fall forslagene fra Kristelig Folkeparti og den jobben som er gjort av komiteen – og jeg vil ikke minst takke saksordføreren for en kjempeinnsats for å lande dette på en skikkelig måte som gode konstruktive innspill for å bedre situasjonen på et område hvor vi alle ønsker at situasjonen skal bli bedre. Dette er forslag som favner veldig bredt, og det er veldig riktig også i den situasjonen. Det som er justis- og beredskapsministerens ansvarsområde her, er bare en liten del av det omfattende forslagsverket som Stortinget i dag behandler, og det er viktig at alle er opptatt av og engasjert i disse spørsmålene, nær sagt uavhengig av hva slags linje det går i. Jeg synes det er en styrke for Stortinget og for det politiske Norge at vi kan samles i kampen og om forslagene til tiltak på et så viktig område som dette er. Så har jeg lyst til å si noen konkrete ting knyttet til det ansvarsområdet som ligger under oss. Representanten Ropstad var inne på det med omfang av vold og overgrep. Det er jo noen statistikker som nå viser at antallet tilfeller av mishandling i familieforhold går veldig sterkt opp, mens når det gjelder ordinær mishandling, altså det som er forbrytelser mot liv, legeme og helbred, går det noe ned. Disse statistikkene går nok noe imot hverandre, så det vi alle mener er en positiv utvikling, nemlig at flere våger å anmelde, er ikke nødvendigvis en så positiv utvikling som vi skulle ønske at den var, fordi den kompenseres ved at det er kodifisert annerledes over tid enn det som er tilfellet nå. Nå får vi stadig bedre tall på dette, men vi har bedt Politidirektoratet om å gå igjennom disse tallene, se hva som er status, hva slags kunnskap vi egentlig kan samle for ytterligere å forbedre tiltak og innsats, for det er en av de aller viktigste utfordringene vi står i. Som også representanten Andersen var inne på når det gjelder barnevernet, men som også kan overføres til det strafferettslige sporet: Terskelen for å melde fra er for høy. Dette er tabubelagt fortsatt i 2015, og det er en veldig belastning for dem som står i dette, å ta steget ut. ut. Derfor er det også viktig at vi samler den brede innsatsen, det brede fokuset for å bidra til å gi støtte til og stå gjennom disse forferdelige og vanskelige, vonde sakene. Det er – jeg vil nesten si – sjokkerende tilfeller av vold og overgrep mot barn som dokumenteres i altfor stor utstrekning, dvs. det er ikke det at de dokumenteres som er problemet, men det er det at det skjer. skjer. Det er flere som har sagt her at en ser det ikke før en tror det – jeg tror det var Redd Barna som kom med det slagordet i sin tid. Det er ganske betegnende, for noe av dette er så forferdelig at det er vanskelig å forstå. En av de tingene som vi har vært opptatt av fra Justis- og beredskapsdepartementets ståsted, er å sikre at vi nå skal få en dommeravhørsordning som ikke lenger skal være en dommeravhørsordning, men en avhørsordning for barn og sårbare personer, som er mer effektiv og ivaretar rettssikkerheten til barna på bedre måte. Stortinget skal behandle det nå om svært kort tid. Vi ser noen effekter av det arbeidet som er veldig positive. I 2014 ble det gjennomført 3 352 dommeravhør av barn på statens barnehus. I 2013 var tilsvarende tall altså en stor økning fra 2013 til 2014. I 2015 første tertial har det vært en økning på 40 pst. i forhold til tilsvarende periode fra 2014. Det er en veldig positiv effekt, men det skaper også utfordringer, for det gjør det krevende å holde ventetiden nede. Den innsatsen som politiet og straffesakskjeden egentlig over tid har gjort for å få ventetiden ned, har vært helt avgjørende. Det at vi nå får mange saker, gjør at vi ser at ventetiden igjen går noe opp. Jeg har tatt opp dette med politidirektøren to ganger den seneste tiden for å sikre at innsatsen for å holde ventetiden nede skal forsterkes ytterligere – og særlig viktig er det i overgangen til en ny ordning. Det blir replikkordskifte.

Etter at me no har blitt einige i eit forlik om politireforma, ynskjer me at regjeringa vurderer å opprette eit nytt barnehus i politidistrikt aust. Men til løyvingane: Komiteen fekk tilbakemelding frå barnehuset i Trondheim om at dei hadde opplevd eit kutt på 200 000 kr i 2015. Er ikkje det eit bevis på at det er nødvendig å øyremerkje midlane til barnehusa, i tillegg til å styrkje dei?

og det er veldig tydelig formidlet. Det er derfor viktig at alle politimestrene sikrer at barnehusene har tilgang til de ressursene de har. Så er jeg også opptatt av at øremerking ikke skal bli en slags hvilepute. Det er ikke nødvendigvis slik at det at man øremerker penger, sikrer at ressursene er forvaltet på en tilfredsstillende og god måte. Takk for svaret. Eg lurer framleis på ein ting. Det blir heile tida sagt at barnehusa er styrkte, og eg registrerte at det og eg registrerte at det kom ein liten auke i revidert nasjonalbudsjett, men når ein får tilbakemelding frå eit barnehus om at dei måtte kutte 200 000 kr i inneverande år, er det noko vanskeleg å seie at det er ei styrking. Eg veit at det ikkje er regjeringa som har gjort det, det er som justisministeren seier, på grunn av ulike prioriteringar i dei ulike politidistrikta, og det er bakgrunnen for at me har meint – som representanten Karin Andersen òg snakka om i sitt innlegg – at ein treng å øyremerkje midlane for å styre dei dit dei skal. Den raud-grøne regjeringa gjorde det når det gjeld barnevern, for å få det opp på det nivået det måtte. No ser me at auken i talet på saker i barnehusa er såpass stigande at eg vil igjen spørje statsråden om ikkje han vil vere einig i at ein må øyremerkje midlane for å styre dei dit dei skal.

for da kan politimesteren si at nå har de fått de øremerkede midlene – jeg ser at de trenger mer, men de har tross alt fått det som Stortinget har sagt at de skal ha, ergo får de ikke mer fra politimesteren. Så det er ikke sikkert at øremerking er den optimale løsningen på dette, men det kan godt være et virkemiddel som kan brukes, jeg avviser ikke det. men det kan godt være et virkemiddel som kan brukes, jeg avviser ikke det. Det aller viktigste tror jeg er å være helt tydelig i forventningen til hva slags kvalitet som skal leveres, og at ressursene skal følge den økningen som vi nå ser, og at det er nødvendig, også fra politisk hold, å vurdere hva det betyr for bevilgningsnivået fremover til

men har i likhet med representanten Vågslid også kritiske bemerkninger til det som kom fram i høringen om hvordan pengene er blitt brukt. Gjennom komiteens arbeid ser vi at en del er gått til investeringer, som vi i komiteen også ba om, men vi vil be statsråden om å følge det videre. For med den enorme økningen av saker sier det seg selv at vi trenger mer penger, og derfor derfor ber komiteen om det i høstens budsjett. Men mitt spørsmål var egentlig knyttet til opptrappingsplanen: Vi understreker jo det tverrfaglige, og justisministeren har ansvar for sitt felt, og det vi er opptatt av, er en tydelig forankring, på samme måte som tiltaksplanen var. Kan statsråden si litt om hva han tenker om arbeidet for å inkludere flest mulig departement for å få størst mulig bredde i tiltakene?

og samordne innspillene til budsjettprosess og videre oppfølging av en opptrappingsplan. Så det vil bli behandlet på samme måte som jeg formoder var tilfellet med opptrappingsplanen for psykisk helse, som ga veldig gode resultater, som var veldig konkret. Men det er også slik at vi har et godt fundament å bygge på, som representanten er kjent med, med de handlingsplanene og den tiltaksplanen som allerede foreligger. Så det er det å systematisere og sikre at dette arbeidet blir ivaretatt på en god måte, og at hver enkelt statsråd følger opp i sine linjer for å sikre at dette blir fulgt opp på en skikkelig måte. Når det gjelder frister for barnehager osv., kommer vi jo tilbake til det senere, men det er ingen tvil om at den situasjonen vi nå er i, skaper en del utfordringer for kapasiteten til barnehusene, og vi er nødt til å følge

Og i en tidligere debatt har jeg også vist til mitt eget kommuneparti, Drammen Arbeiderparti, som har programfestet at vold i nære relasjoner skal bli en fast oppgave for kommunens beredskapsråd, både en del av risiko- og sårbarhetsanalysen for samfunnet under ett og den løpende samordninga av tiltak. Statsråden har tidligere sagt at han syntes det var et positivt innspill, som han godt kunne tenke seg å vurdere når det gjaldt alle kommuner, og det jeg egentlig lurer på, er om statsråden har hatt tid til å begynne på det tankearbeidet? Jeg kan med glede si at det tankearbeidet har vi begynt på. tankearbeidet har vi begynt på. Det er en del av den jobben som vi nå skal gjøre. Jeg kan dessverre ikke konstatere når tankevirksomheten vil være ferdig, men at vi har begynt på denne tenkningen, er det ingen tvil om. Det vi må se på, er hvilket mulighetsrom det gir, og hva slags merverdi det gir, og måten å tenke på er jo egentlig i samsvar med det vi gjør på veldig mange andre områder, hvor en skal samle ressurser om helt spesifikke problemstillinger. problemstillinger. Jeg mener det innspillet som kom fra Lise Christoffersen tidligere, er et veldig spennende innspill, men jeg kan altså ikke konkludere her og nå. Men jeg vet at representanten Christoffersen kommer til å stille det spørsmålet på nytt om ikke så lenge, og da skal vi ha enda mer å melde! Hvis vi skal få barnehusene til både å ha nok kapasitet og at de ikke har ventetid, og at det er nok kompetanse der, må det dimensjoneres riktig, og det må beregnes hva det koster, og det må departementet gjøre. Det betyr at man må vite hvor mye det koster å øke dette. dette. Det er jo ikke slik at en skal la det være opp til hvert politidistrikt om de vil gjøre dette – de skal gjøre dette! Det er i lys av dette at debatten om øremerking bør ses, for det handler ikke om politidistriktene nødvendigvis prioriterer dette, men om regjeringen prioriterer dette nok og legger nok penger på bordet til at det er mulig å gjennomføre, og at det står øverst på prioriteringslista, at dette er jobb nr. 1, og at den ikke er mulig å prioritere bort for politidistriktene. Vil statsråden sikre det? Det å sikre at barnehusene leverer på en skikkelig måte, er ikke valgfag i politiet. Det skal leveres på en skikkelig og god måte, og jeg har tillit til at politimestrene gjør det som er nødvendig for å få det til. I tillegg har jeg i mine månedlige oppfølgingsmøter med politidirektøren dette som et tema, bl.a. avhørstid for barn, som skal sikre at vi klarer å ha det nødvendige fokuset på det. Men så er det også utfordrende å gi en helt nøyaktig analyse for hva som vil være ressursbehovet for barnehusene i fremtiden. Den veksten vi har sett i antallet avhør som tas på barnehusene – fra 2013 og til og med første kvartal 2015 – var det vanskelig å forutse i utgangspunktet. Det er jo en ønsket utvikling, det er jo en effekt av at flere faktisk benytter seg av barnehusene, at flere anmelder denne typen saker. Så må vi da ta høyde for – i de fremtidige budsjettene – at dette skal sikres på en skikkelig måte, for kvaliteten skal være god, og det er ikke akseptabelt med fristbrudd. Da er replikkordskiftet over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

En høy andel av de unge som henvender seg til Nav, har ikke fullført videregående opplæring. Det gjelder bl.a. tre fjerdedeler av de 40 000 unge under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Det sosiale skillet mellom de som har og de som ikke har fullført videregående, forsterkes når ledigheten øker. Hva har så en tipunktsplan mot ungdomsledighet med dagens sak om vold mot barn å gjøre? Ja, se det er det ingen som helt vet. Men noe vet vi, slik det står om i representantforslaget. Belastninger i barndommen får alvorlige konsekvenser for livskvaliteten også i voksen alder. Én del av bildet er at vold mot barn gir skader på hukommelse og evne til læring, selvbilde og sosial fungering, noe som igjen kan føre til sosial isolasjon og arbeidsledighet. arbeidsledighet. Sannsynligvis kan vi også legge til uførhet i ung alder, med sammensatte diagnoser som psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, rus og diffuse muskel- og skjelettlidelser. I Dokument nr. 15:554 for 2013–2014 stilte undertegnede spørsmål til arbeids- og sosialministeren om hva forskning kan fortelle om årsaken til at antall og andel unge uføre øker. Statistikken viste da at 59 pst. av unge uføre hadde diagnoser som psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Unge uføre utgjør en liten andel av alle med uføretrygd, men det er grunn til bekymring når antallet øker. I tillegg til de registrerte unge uføre kommer de nevnte 40 000 personene under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Mitt spørsmål til statsråden i fjor var om vi vet noe om hvor stor andel av disse ungdommene som har vært, eller er, ofre for vold i nære relasjoner, omsorgssvikt eller andre typer overgrep. Svaret var at det vet vi ikke. Det finnes ingen diagnosekategori som identifiserer ungdommer eller andre der vold i nære relasjoner, omsorgssvikt og andre overgrep har ført til senere uførhet. Vi vet bare at de finnes et sted bak tallene, i de ulike diagnosegruppene over psykiske og fysiske sykdommer og skader, men vi vet ikke hvem de er, eller hvor mange de er. Desto viktigere blir både forebygging, avdekking og tidlig innsats mot vold mot barn. Skolehelsetjenesten er et viktig lavterskeltilbud og må få en større rolle i så måte. Det er positivt at en samlet komité ønsker å styrke denne tjenesten, men jeg skulle egentlig ønske at flertallet kunne dele Arbeiderpartiets og Senterpartiets utålmodighet akkurat på det punktet, særlig på bakgrunn av innlegg fra både Kristelig Folkeparti og Venstre her i dag. Disse vedtakene kan hjelpe mange barn i Norge. Jeg vil nå snakke om sinnemestring. Kampen mot vold mot barn kan ikke vinnes av politi, domstoler og barnevernet alene. Det er ikke alltid slik at straff og omsorgsovertakelse er den beste løsningen. Noen ganger kan det bli et bedre resultat om familien kan hjelpes sammen, som familie. Når vold mot barn avdekkes, må familien umiddelbart få et tilbud om hjelp. Da kan foreldrene være motivert til å ta imot slik behandling. Familievernet må ha kapasitet og kompetanse i disse situasjonene. Uten et faglig tilbud vil avdekking i førstelinjen bli meningsløst. Familievernet trenger øremerkede stillinger for å møte behovet. Vi har ikke behov for flere utredninger eller flere piloter. Vi trenger nå permanente tiltak, en opptrappingsplan for familievern, med øremerkede stillinger til arbeid mot vold. Den opptrappingsplanen Stortinget i dag vedtar, må gi konkret kapasitet og kompetanse.

Alternativ til Vold kan og vil gjøre en viktig jobb på familievoldsfeltet. Dagens vedtak må legge til rette for videre styrking ved de eksisterende kontorene drevet av ATV, og for etablering av enda flere slike kontorer. Kristelig Folkeparti vil at Alternativ til Vold i alle regioner gis et tydelig familiemandat, slik man har gjort i Bergen og i Stavanger. Dette innebærer rammer og ressurser til å ta imot hele familien, ikke bare voldsutøveren. Alternativ til Vold skal fortsatt være en spesialistsamarbeidspartner for de andre instansene. Det kan være en faglig samarbeidspartner og støttespiller, en kompetanse- og spesialenhet klientene kan henvises til. Voldsutsatte og voldsutøvere trenger tilgjengelige, helhetlige og spesialiserte tilbud som tilbyr behandling over tid. Forskning viser at det er slike tiltak som gir vellykket resultat.

og heldigvis har likestilling og holdningsendringer gjort at mange kvinner i dag har egen inntekt og vet at de kan klare seg selv, og det bidrar til at flere flytter ut når det er vold hjemme, og de kan få hjelp. Vi vet om skadene av langtidsvirkningene, og vi vet at et skadet barn kan bli en voksen som sliter selv, eller som selv blir en voldsutøver. Det trengs holdningsendringer, men det kreves også mer. Det kreves gode, trygge barnehager med voksne som ser og kan barn, som har kompetanse for hvordan bruk av vold kan oppdages raskt, og som følger opp sakene. De må ha kompetanse til å vite hva de ser, og hva de spør etter. Derfor har vi lagt vekt på også det med barnesamtalen. Vi må ha et barnevern som også har god kompetanse, som setter inn tiltak i familier som sliter, og forebygger der noe skjer. Derfor er det viktig å øremerke midler til flere stillinger, utover de 1 000 som allerede har kommet. En skolehelsetjeneste og helsesøstertjeneste som står i front når det gjelder kontakt med flest mulig barn, er viktig. Derfor er det viktig med en minimumsstandard når det gjelder en bindende minimumsnorm. Når nå kommunene har fått strammere rammer med den blå-blå regjeringa, påvirkes den jobben som gjøres ute. Vi mener at et styrket kommunebudsjett vil bidra til at kommunene kan gjøre jobben bedre. Derfor er det rett å øremerke mer for å oppnå det vi ønsker. Særlig er det viktig i de sakene som har med barn å gjøre. Hovedbudskapet er at barn skal leve livet sitt trygt og uten redsel for vold. Også på dette feltet er det nulltoleranse. Derfor er det flott med en opptrappingsplan som følger opp det som er gjort tidligere.
Da er det

voldsutøvere og familier som lever med vold, skal styrkes og kapasiteten på dette tilbudet utvides. I innstillingen er det spesifisert at opptrappingsplanen skal inneholde konkrete tiltak og innebære langsiktige planer med økonomiske forpliktelser over flere år. Dette betyr øremerkede midler for å styrke alle ledd i tiltakskjeden, forutsigbare økonomiske rammebetingelser for alle involverte instanser og friske og målrettede midler til hvert enkelt tiltak. Det skal investeres for et tallfestet beløp, og driftsutgiftene skal økes til et bestemt nivå i løpet av perioden. Kampen mot vold mot barn krever helhetlig satsing på permanente tiltak og tung, tverrfaglig innsats fra helse-, familie- og justissektoren, men også fra sosial-, utdannings- og kommunesektoren. Jeg vil også understreke justiskomiteens merknader om at samlokaliserte tilbud i kommunene er positivt. Familiens hus legger i flere kommuner til rette for et godt samarbeid og tilgjengelige tjenester for hele befolkningen. Jeg vil til sist si at et liv med overgrepserfaringer ikke trenger å være et ødelagt liv. Det er mulig å leve et godt liv også for dem som lever med overgrepserfaringer. Et godt møte med hjelpeapparat og rettsvesen kan bidra til at flere opplever det. Jeg er

fordi vi som samfunn har nulltoleranse. Det er aldri akseptabelt å utøve vold, psykisk eller fysisk, mot barn. Men at det er mindre vold her enn andre steder, er ingen trøst for de altfor mange dette rammer, barn og ungdom som gruer seg til å komme hjem for å bli møtt med vold fra dem som står dem aller nærmest. Når et barn blir slått, har vi som samfunn Vi må gjøre mer for å beskytte dem som trenger det aller mest. Gjennom denne debatten er det blitt nevnt mange gode tiltak – for å forebygge, for å oppdage og for å støtte. Jeg vil bruke mitt innlegg på å snakke om noe av det jeg tror er aller viktigst: en skolehelsetjeneste som er til stede. Skolen er vårt viktigste verktøy. Der møtes alle barn, der kan vi nå alle. Rundt om på skolene har vi mange dyktige helsesøstre – og helsebrødre. De gjør hver eneste dag en viktig jobb. De skal representere et trygt sted å komme til. Men det største problemet er mangel på tid. Har du blitt utsatt for noe, trenger noen å snakke med og bestemmer deg for å fortelle det aller vondeste, kan man ikke bli møtt med en stengt dør – som er åpen først neste uke. Det er alvorlig at syv av ti helsesøstre sier at de har unnlatt å stille spørsmål de burde ha stilt, men som de ikke gjør, fordi de vet at de ikke har tid til å følge opp svaret. Vi trenger en skolehelsetjeneste som alltid har tid til å stille de nødvendige spørsmål, og som alltid har tid til å følge opp med det som trengs. Vi trenger et krafttak for skolehelsetjenesten. Da må dét prioriteres – av politikere på lokalt plan og av Stortinget. Det hjelper ikke med fagre ord om hvor viktig skolehelsetjenesten er om det ikke følges opp med penger. Derfor var det så synd at Arbeiderpartiets forslag om å øremerke midler ikke fikk støtte. Bent Høie gikk i fjor høyt ut og lovet penger, men det ble ikke fulgt opp med konkrete penger. Lover man penger til skolehelsetjenesten, må det også følges opp konkret – ikke med ord og ønsker. Arbeiderpartiet kommer til å fortsette med å foreslå å bevilge penger til flere helsesøstre. Det er det mange grunner til. De spiller en viktig rolle på mange områder, ikke minst når det gjelder det vi diskuterer her i dag. Barn og unge som er utsatt for vold, skal alltid vite at skolehelsetjenesten har en åpen dør. Da er det vår jobb å sørge for at den døren er åpen. Jeg ønsker å takke alle som har deltatt i debatten her i dag. Det

Så får vi heller se hva vi kan sette inn av støttetiltak for å hjelpe personene videre – for å hjelpe barnet, men også den som er melder i systemet. Så til et annet tema som er fryktelig viktig: barnevernet og den rollen barnevernet har i å ivareta våre mest sårbare – våre barn. rollen må vi støtte opp om, og den må vi, som representanten Andersen sa, slå ring om. Barnevernet er en viktig ressurs som vi er avhengige av å ha i samfunnet vårt i dag. Jeg er fryktelig glad for at vi har dem. Jeg vet at det er noen som mener at de driver med overgrep og inngripen i privatlivets fred, men den inngripenen aksepterer jeg som stortingsrepresentant at barnevernet gjør – at de skal gjøre.

som fikk sin fødsel for hundre år siden i år. De handlet om å sikre barns oppvekstforhold ved at en skulle ha rett til to foreldre og to forsørgere. Vi har kommet mye lenger på hundre år, men dagens debatt viser at vi langt fra er i mål. vi langt fra er i mål. Vi behandler for tida også noe tilsvarende i helse- og omsorgskomiteen, bl.a. en folkehelsemelding. Det handler mye om strukturer, det handler om kapasitet. Og som representanten fra Kristelig Folkeparti, Thürmer, var innom: Det handler om å sikre kapasitet til den grunnleggende primæromsorgen, enten det er skolehelsetjenesten, barnevernet eller familievernet. Vi er nødt til å styrke kapasiteten. Vi har innvilget oss voksne en fastlege hver. Vi bør begynne å snakke om at ethvert barn bør ha en helsesøster. Det er det komiteen her bl.a. sier i fellesskap, at en nå skal utrede en bindende minimumsnorm for skolehelsetjenesten. Det er noe helse- og omsorgskomiteen i folkehelsemeldinga slutter seg til skal skje. Så har jeg lyst til å slå et slag for barna selv, som en stemme i denne debatten. Det har ikke vært nevnt spesielt. Jeg har selv vært med på å bevilge penger til forskning knyttet til barn som pårørende, der forskningsformidlinga skjer i form av film fra Høgskolen på Lillehammer og Filmmakeriet, bl.a – BAR har vært med i utarbeidelsen av det – der barn og unge blir brukt som stemmer.

de må få sin anledning. Vi har også gitt tannleger og psykologer henvisningsrett – også det et lite, men svært viktig tiltak. Dette er en sak Kristelig Folkeparti har et brennende engasjement for. Helsestasjon, skolehelsetjeneste og barnehage kan hjelpe barn ut av vold. For å være slike ressurser må kapasitet og kompetanse økes og utvikles. En bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten kan være et slikt virkemiddel, som også representanten Kjenseth nevnte i stad. Helsesøster og helsestasjon når nesten alle barn og svært mange foreldre. Møtene er regelmessige og har legitimitet. Helsesøster, men også helsestasjonslegens kompetanse, er en ressurs utover disse individuelle helsekontrollene. De bør brukes som ressurs for barnehagepersonell og skolens lærere. Opptrappingsplanen for å hindre vold mot barn peker på integrerte og samordnede tjenester, økt kompetanse og tidlig intervensjon. Her kan helsestasjonens kompetanse bidra på flere måter. Så å si alle barn, i hvert fall 90 pst., mellom ett og fem år går i barnehage. Alle går i skole. Mange kommuner har samlokalisert svangerskapsomsorg, helsestasjon og den åpne barnehagen med barnevern og PP-tjenester – ofte, og svært gjerne, i rammen av et familiehus. Men også alle de andre barnehagene bør ha regelmessig faglig kontakt med helsesøster og annen kompetanse på helsestasjonen. Jeg mener helsesøster bør være ute i barnehagene i et fast, avtalt mønster. Da kan kompetanse deles og risikobarn diskuteres. Da kan tidlig intervensjon og faglige råd være et tilbud til det beste for barnet. Uten et faglig tilbud vil avdekking i førstelinjen være meningsløs. Helsestasjonslege, helsesøster og lærere har ulik kompetanse og ser foreldre og barn i ulike sammenhenger. Men den samlede innsikten disse har, gir unike muligheter for å hjelpe barn i vanskelige situasjoner. Derfor kan helsesøsters utadrettede rolle styrkes og formaliseres. Barnehage og skole bør prioritere slik kontakt mellom pedagogisk personell og helsesøster og lage arenaer, slik at barn og familier kan hjelpes tidlig. Ulike kommuner kan helt sikkert velge ulike løsninger for denne kontakten, men finansiering og mål i opptrappingsplanen bør støtte opp under slike tiltak. Vold mot barn må nå hindres gjennom en forpliktende satsing. Det viktige er langsiktig utvikling, integrerte og samordnede tjenester og tidlig innsats. Her kan nye samarbeidsarenaer mellom helsestasjon, barnehage og skole utvikles og trappes opp. Den planen Stortinget i dag vedtar, kan hjelpe mange barn ut av vold i nære relasjoner.

og ta det på alvor, for der er det stygge saker. Den siste er Monika-saken i Bergen, der det har gått aldeles gærent. Man svikter barn som har blitt drept, på det aller groveste. Sånn går det ikke an å fortsette.

så må det skje noe. Hvis ikke er det jo enda skumlere å gjøre det, og det betyr at mange ikke sier noe. Til slutt: Det pågår en debatt om unge som detter ut av både arbeid og skole, og representanten Christoffersen var inne på det. Jeg ønsker meg virkelig at særlig toppolitikere er forsiktige med å felle dommer over ungdom som sliter. Da virker det som om vi har glemt debatten om mobbing. Da har vi glemt debatten om vold mot unger. Da har vi glemt debatten om alle de problemene som en del unger kan ha, og så snakker man om vondt i viljen og stå opp om morra’n og slå i bordet og ordne opp. Veldig mange av disse ungdommene tror jeg er redde, utrygge, har ikke opplevd kjærlighet, har ingen tro på seg sjøl. De trenger noe helt annet enn at de mest vellykkede i samfunnet kommer med lettvinte løsninger, for å si det sånn. Dette er alvorlig, som flere har sagt, for det å oppleve vold skader hjernen. Det å være vitne til vold skader hjernen. Vi som voksne er nødt til å sikre at de som sier ifra om dette,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

barnvernlova. Høgsteretts ankeutval kom fram til at eit akuttvedtak etter barnvernlova § 4-6 andre ledd, ikkje medførte at omsorga for eit barn blei overført til barnevernet på ein måte som er omfatta av § 216. Med dette merkar komiteen seg at avgjerda viser at Høgsterett si tolking av straffelova byggjer på forståinga deira av bruken av omgrep i barnevernlova. Ein samla komité meiner dette er uheldig i

I denne fasen er ungane særdeles sårbare, og me meiner at eit lovforbod ville kunne ha ein preventiv verknad. På denne bakgrunnen meiner Arbeidarpartiet og Senterpartiet at det er behov for at Stortinget gjev regjeringa i oppgåve å fremje ei sak for Stortinget som tek opp i seg intensjonane i forslaget. Ei lovendring er nødvendig for å gje ungane tilstrekkeleg rettssikkerheit.

Forslaget fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet bygger på en dom fra Høyesterett fra 2013 som fastslo at barn som er plassert akutt under barnevernet, ikke har det samme strafferettslige vernet etter straffeloven § 216 som andre barn har. Straffeloven § 216 gjør det straffbart å bortføre mindreårige fra noen som har foreldreansvaret, eller som har omsorg etter barnevernsloven. Høyesterett kom altså til at omsorgen for barn som hadde fått et akuttvedtak, ikke var overført til barnevernet og dermed ikke ble omfattet av straffevernet etter straffeloven. Barn som er plassert på akuttvedtak, har dermed ikke samme vern som andre barn. Dette er bekymringsfullt. Jeg er glad for at en samlet justiskomité har påpekt dette. En arbeidsgruppe som ble satt ned høsten 2012, fikk i oppdrag å gå gjennom regelverket vårt knyttet til barnebortføring og håndteringa av internasjonale barnebortføringssaker i Norge.
arbeidsgruppa å utvide straffeansvaret for barnebortføring til å omfatte alle tilfelle der det etter norsk rett er forbod mot å ta med seg eit barn ut av landet utan samtykke
Utvalget la fram si innstilling i 2014, der de anbefalte at også alle tilfeller der det etter norsk rett er forbud mot å ta med seg et barn ut av landet uten barnevernets samtykke, gjøres straffbart. Det er avgjørende at denne saken får en grundig behandling. Kristelig Folkeparti støtter arbeidsgruppens anbefaling og mener at et lovforbud vil ha en preventiv effekt, som flere har vært inne på i dag. Folkeparti er opptatt av at lovendringa kommer på plass så raskt som mulig av hensyn til de utsatte barna. Jeg er derfor veldig glad for at statsråden har lovet å komme tilbake til Stortinget med en proposisjon, og at vi – som det ser ut til – får saken til behandling allerede i høst. På den måten får vi en grundig behandling av spørsmålene og kan dermed sikre sårbare barns rettssikkerhet. Derfor ser ikke Kristelig Folkeparti noen grunn til å stemme for forslaget, men vi ser fram til behandlinga av proposisjonen som

Så veit vi at rettstilstanden er slik at barn som er underlagde akuttvedtak, altså at omsorga ikkje er varig teken frå biologiske foreldre, ikkje er å sjå på som å vere under omsorg av ein annan. I praksis inneber det at dei som gjer dette, ikkje kan straffast etter § 216 i Dei involverte i denne typen saker har ofte vore gjennom ei svært krevjande tid. Spenningsforholdet mellom foreldre og barnevern er ofte anstrengt, samtidig som barnevernet har vurdert at desse personane ikkje er skikka til å ha omsorga. Barna har ofte tette band til sine biologiske foreldre, noko som kan gjere dette vanskeleg. Desse momenta i seg sjølve tilseier at barna vert utsette for fare og traumatiske handlingar ved at biologiske foreldre bortfører dei. Ei av dei fremste oppgåvene vi har som politikarar, er å ta vare på dei som er i ein sårbar situasjon, og som er mindreårige. Då må vi ha eit regelverk som gjer dette mogleg. I brev til justiskomiteen frå statsråden viser han til internasjonale barnebortføringar, men eg finn grunn til å minne om at til internasjonale barnebortføringar, men eg finn grunn til å minne om at det også skjer innanfor våre eigne grenser, og at eksempla på det er mange. Ei ekstern arbeidsgruppe leverte i januar 2014 ein rapport til Justis- og beredskapsdepartementet med forslag til tiltak på barnebortføringsområdet. Rapporten kasta lys over viktige problemstillingar. Forslagsstillaren vil peike på viktigheita av at denne gruppa av mindreårige som er omfatta av akuttvedtak gjorde av barnevernet, har eit strafferettsleg vern både nasjonalt og internasjonalt. Som lovgjevarar må vi òg vurdere kva som har preventiv verknad. Eg trur at dersom ein innfører eit lovforbod mot denne typen handlingar, kan det i alle fall heve for at nokon vel å utføre desse handlingane. For Senterpartiet er det viktig å gje regjeringa ein klar marsjordre i denne saka. Vi kan ikkje vente altfor lenge på tidkrevjande utgreiingar, for her er rettsstilstanden avklart. Eg er difor glad for at Arbeidarpartiet og Senterpartiet i dag gjev klar ordre til regjeringa om at den nye straffelova må endrast i tråd med intensjonane i dette forslaget. SV kommer til å stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fordi det prinsipielt sett er ugreit at man har ulikt rettsvern for barn i ulike situasjoner. Her har det vært en arbeidsgruppe som har kommet med denne anbefalingen, så jeg føler meg rimelig trygg på at dette er innenfor det som er grundig utredet. Jeg er litt mer usikker på om dette hever terskelen eller virker preventivt. Jeg tror vi glemmer litt at i disse situasjonene er det mange som er fullstendig desperate. Noen mangler fullstendig selvinnsikt, selvfølgelig, i det de holder på med, men jeg tror også vi glemmer at foreldre som kanskje ikke klarer å ha omsorgen for barna sine, er desperat glad i barna sine, sånn som andre er, og at de noen ganger, på tross av at det er straffbart – de vet jo uansett at dette er Så jeg er nok litt mer usikker enn det det høres ut som om flertallet her er, på at dette vil være noe som hindrer at dette skjer. Jeg mener allikevel at det er riktig, men jeg syns det skal sies i disse sakene at sjøl barn som opplever omsorgssvikt, ofte er glad i foreldrene sine og opptatt av hvordan det går med dem, at foreldre som svikter barna sine – noen ganger på det groveste – er veldig glad i barna sine, sjøl om de svikter dem. Det fører noen ganger til veldig desperate handlinger fra begge parter, og en lovendring kommer ikke nødvendigvis til å hindre at disse fæle sakene oppstår. Dette er en sak det

Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet er at Stortinget skal komme tilbake til regjeringen med et forslag som følger opp dette. Det er også konklusjonen til flertallet gjennom å vedlegge forslaget protokollen, for de er kjent med at regjeringen kommer til å komme tilbake til Stortinget med en proposisjon om dette i løpet av veldig kort tid. Så realiteten i forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet og flertallets innstilling er nøyaktig den samme. Det er jeg egentlig veldig glad for, for det er viktig at vi får ryddet opp i dette forholdet, og det er tydelig at det er et klart stortingsflertall for at det skal gjøres så raskt som mulig. Vi er kommet veldig langt i prosessen og er helt på oppløpssiden. Men jeg synes også at det er verdt å merke seg det innlegget som representanten Karin Andersen hadde på slutten her, for det er nyanser også i denne typen problemstillinger. Dette er krevende problemstillinger som sådanne. Men Stortingets bestilling er klart oppfattet, og regjeringen kommer til å levere på det i løpet av svært kort tid.

statsråd

forslag. Det er forslagene nr. 1–8, fra Kari Henriksen på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslagene nr. 9 og 10, fra Kari Henriksen på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 11, fra Geir Inge Lien på vegne av Senterpartiet forslag nr. 12, fra Iselin Nybø på vegne av Venstre Det voteres over forslag nr. 12, fra Venstre.

Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Da går vi til votering over sak nr. 5 som ble behandlet før sak nr. 4 på dagens kart. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne

alt to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Lene Vågslid på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag nr. 2, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti. Presidenten gjør oppmerksom på at forslaget under debatten er blitt endret og lyder nå som følger: «Stortinget ber regjeringen igangsette arbeid med sikte på å endre straffeloven om elektronisk kontroll ved kontaktforbud til å gjelde også ved besøksforbud.» Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne varsler at de vil støtte forslaget. Voteringstavlene viste at det var avgitt 57 stemmer mot og 43 for forslaget. President! Jeg stemte feil. Det betyr at det er avgitt 58 stemmer mot og 42 stemmer for forslaget. Forslaget er dermed ikke bifalt. Det voteres

er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtak nr. 74 til og med lovvedtak nr. 78. Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak nr. 74 til og med lovvedtak nr. 78 er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

at vi først tar referatet, mens sekretæren finner fram sak nr. 5. Vi finner fram sak nr. 5. Der er det slik at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne varslet at de ville stemme imot. Det var en skarp votering, hvor Kristelig Folkeparti og de to regjeringspartiene skulle stemme for. Er det greit? Det er greit. Det ble også slik voteringen endte, hvis presidenten husker riktig. Da er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

vi skal sikre at vi